Fra den innkalte vararepresentanten for Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve , foreligger søknad om fritak fra å møte under representanten Else-May Norderhu s’ permisjon fra og med 23. mars og inntil videre. Fra andre vararepresentant for Møre og Romsdal, Anne Kristin Bryne , foreligger også søknad om fritak fra å møte under nevnte permisjon, grunnet sykdom. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og for Møre og Romsdal, Roger Magne Osen . Fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Freddy André Øvstegård i tiden fra og med 20. mars og inntil videre. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Vararepresentanten Camilla Sørensen Eidsvold innkalles for å møte i Sørensen Eidsvold er til stede og vil ta sete. Statsråd Henrik Asheim proposisjoner: om endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (Prop. 57 S om lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endringer i og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (Prop. 58 LS om lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (Prop. 55 L Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.